inne driftsmidler til kollektiv faktisk er avgjørende for å lykkes hvis man skal ha bilbegrensning inne som et virkemiddel, og det skal vi ha. Det vil befolkningen i Grenland, det vil politikerne i Grenland, og det sier vi her på Stortinget ja til, og da må det følges opp. Fra min side vil jeg bare si at vi synes det er riktig å bruke penger på drift av kollektivtransport. Vi vil samtidig understreke understreke at det er viktig å se på det vi har fått belyst i media på nytt i dag, nemlig at redusert parkering i byene er et effektivt tiltak for å få flere mennesker til å velge kollektivt, og det er også et effektivt tiltak for å frigjøre plass til sykkel og på den måten slå to fluer i én smekk. En siste kommentar helt til slutt: Jeg merker meg at regjeringen inviterer oss og Stortinget med på å gjøre vedtak om å redusere beregningsrenten dersom lokalpolitikerne ønsker det. På den måten får man en lavere takst gjennom bompengene, men man betaler som bilist mer penger samlet sett, fordi man bruker lengre tid på å nedbetale beløpet. Dette er en gammel debatt som vi har hatt tidligere, men det er likevel nødvendig bare å minne om at man ved å gjøre det på den måten som samferdselsministeren inviterer til, og som Stortinget i dag vedtar, blir det mer bompenger å betale for bilistene, ikke mindre, som det kan virke som når man kjører gjennom bomstasjonen. For regjeringen er det

av kommunene i Porsgrunn, Skien og Siljan. Bamble har valgt å stå utenfor. Målsettingen er å gjøre Grenlandsområdet mer attraktivt, både for dem som bor der, og for næringslivet, og skape bedre framkommelighet, bedre lokalmiljø, økt trafikksikkerhet og rett og slett en bedre hverdag for dem som ferdes og bor i området. Jeg er stolt over det arbeidet som har blitt gjort. Det viser et godt kompromiss mellom regjeringspartiene, der vi får på plass mye vei, men vi gjør det med mindre bompenger enn det som var lagt til grunn. I opplegget som var utarbeidet opprinnelig, var det lagt til grunn 16 bomstasjoner. Nå blir det 13. Én av veiene som hovedsakelig var planlagt bompengefinansiert, får nå et statlig ekstrabidrag på 310 mill. kr, og det gjør at en fullfinansierer det statlig. Pakken har en økonomisk ramme på 2 670

Det betyr at en sannsynligvis vil kunne betale ned denne gjelden raskere enn en har lagt til grunn. Da kan en også fjerne bompengene tilsvarende raskere. Det er viktig at prosjektene har en porteføljestyring der mål- og resultatstyring er en viktig del. Det innebærer at prosjekt og tiltak prioriteres på bakgrunn av kriteriene mål, resultat, samfunnsøkonomi, planstatus, disponible midler, kapasitet til planlegging og gjennomføring. gjennomføring. Omfanget av utbyggingen må være tilpasset den økonomiske rammen. Dette er et prosjekt som gjør at en får på plass bedre samferdselsløsninger i byområdet. Det vil være en diskusjon om bompenger. Jeg konstaterer at noen av dem som selv aldri har løftet en finger for å redusere bompengene, er misfornøyde fordi Fremskrittspartiet ikke har fått fjernet mer bompenger. Da er alle velkomne til å stemme for å øke de statlige andelene ytterligere. Jeg har ikke registrert noen sånne forslag. Det som jeg derimot registrerte, var at Senterpartiet var imot at vi skulle øke statlige bidrag til bomprosjekt for å redusere takster da vi behandlet bompengereformen på mandag. Da framstår det som en smule hult og litt overfladisk populistisk når man i denne debatten påpeker at bompengene ikke blir redusert tilstrekkelig. Men dagens regjering gjør en forskjell: Det bygges mer vei enn det som var planlagt av forrige regjering, det er lavere bompengeandel enn det som det var lagt opp til, og det er jeg veldig fornøyd med. Så er det opp til velgerne å avgjøre om de vil ha enda mer av det ved neste valg, eller om de er fornøyde med utviklingen. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. La meg aller først starte med å takke komiteen for rask behandling, for det er

trafikksikring osv. En får utbedret to riksveier som er særdeles uhensiktsmessige sånn som de framstår i dag. Når en utbedrer planovergangen på fv. 32 og krysset der, fjernes kanskje Norges verste kryss, og det må være bra. Jeg skal ikke si jeg er misfornøyd med Fremskrittspartiet, jeg er kjempegodt fornøyd med Fremskrittspartiet, og nå burde statsråden høre etter:

selv om Fremskrittspartiet i regjering nå er veldig for det. Det synes jeg er litt synd og viser manglende konsistens, at en fortsatt driver den type retorikk. I sum er dette et bra prosjekt. Det er et viktig prosjekt, hvor en bygger opp under gang- og sykkelvei prosjekt. Det er et viktig prosjekt, hvor en bygger opp under gang- og sykkelvei og får løst flaskehalser som direkte har negative konsekvenser, ikke minst for næringstrafikken i området. Det er bra at det blir litt mindre bompenger og litt mer statlig finansering. Hvorvidt det er bra med 16 eller 13 innkrevingspunkter, synes jeg ikke har så veldig stor relevans. I realiteten betyr en reduksjon fra 16 til 13 at noen færre færre må betale noe mer, men jeg aksepterer det fordi dette er et viktig prosjekt for Grenland, og det er en god dag når det er gjennomført. Dette er ein gledeleg dag for mange innbyggjarar og for næringslivet i Telemark. I over 20 år er det blitt arbeidd med planar for å løyse trafikale problem i og rundt byane Skien og Porsgrunn og innfartsvegane inn til byane. Det er ikkje kvardagskost at ein statssekretær frå Framstegspartiet får blomar og takk frå Arbeidarpartiet og Senterpartiet, men det skjedde då dåverande statssekretær Hoksrud heldt pressekonferanse i Skien

Dette er eit prosjekt der kommunane Skien, Porsgrunn og Siljan saman med fylkeskommune og stat, og ikkje minst bilistane, tek eit krafttak for betre veg og kollektivløysingar i Grenland. Eg registrerer at ikkje alle samtykkjer til finansiering av Bypakke Grenland med bompengar. Det er òg eit ønske at ein gjennom desse samferdselstiltaka kan styrkje Grenland som ein attraktiv Grenland skal bli ein betre stad å bu og arbeide i. Ei strekning som har vore omdiskutert, er Skyggestein–Skjelbredstrand. Strekninga ligg utanfor bykjerna, og mange meiner ho ikkje burde vore finansiert med bompengar. Difor er det ekstra gledeleg at staten no går inn og finansierer denne strekninga i bypakka som er svært viktig for næringslivet. Det fekk fraksjonen frå Høgre i komiteen oppleve med eigne auge ved besøk i Då opplevde me tungtrafikk og gods med store utfordringar i den svingete og bratte vegen inn til Skien by. Det er òg gledeleg at ein reduserer pakka med tre færre bomstasjonar enn det som låg i det opphavlege prosjektet. Det er varsla av fleire lokalpolitikarar i Grenland at sjampanjekorkane skal sprettast i kveld. Dei aller fleste er svært godt fornøgde med arbeidet til regjeringa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

som også er

bilistane på E39, innbyggjarane og næringslivet i Sogn og Fjordane og ikkje minst i Førde set veldig stor pris på. Samferdselsdepartementet legg i Prop. 137 S, Førdepakken, fram forslag om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak som inngår i utbygginga av vegnettet i Det omfattar prosjekt og tiltak på både riksveg, fylkesveg og kommunal veg. Vegnettet i Førde sentrum er ikkje dimensjonert for dagens trafikk. Det er tidvis problem med å avvikle trafikken på ein trygg og effektiv måte. I rushtida er det tett og saktegåande trafikk. Transportkorridoren E39 går gjennom Førde sentrum og møter rv. 5, som går ut til Florø. Løysinga for trafikksituasjonen i Førde sentrum har både eit kortsiktig og eit langsiktig perspektiv. På lang sikt er det planar om å føre gjennomgangstrafikken på E39 utanom Førde sentrum.

Fleire av prosjekta vil leggje til rette for utbygging og utvikling i og nær sentrum. Det er lokalpolitisk tilslutning til eit opplegg for delvis bompengefinansiering av Førdepakken. Ein samla komité samtykkjer i at det etablerte bompengeselskapet skal få løyve til å krevje inn bompengar til delvis bompengefinansiering av Førdepakken i Sogn og Fjordane. Det ligg an til at bygging av det første prosjektet vil starte omtrent samtidig med at innkrevjinga av bompengar startar opp, altså ei såkalla Med dei finansieringsføresetnadene som er lagde til grunn for Førdepakken, er det føresett ein bompengeperiode på tolv år. I samsvar med bompengeavtalen vil retten til å krevje inn bompengar falle bort når selskapet har oppfylt sine forpliktingar. Ved opphøyr av innkrevjinga vil eventuelle overskytande midlar bli

Eg har lyst til å rette ein takk til dei eldsjelene lokalt som har jobba for at E39 og Førde skal få ei raskast mogleg løysing på dei trafikkutfordringane dei står overfor. Eg er glad for at vi i dag kan gjere eit vedtak for Førdepakken, slik at Sogn og Fjordane får sett i gang med eit etterlengta prosjekt og tiltak.

kjem ikkje denne siste ordinære saka på dagens kart, bompengeproposisjonen om Førdepakken, éin dag for tidleg. Om me i transport- og kommunikasjonskomiteen og her i Stortinget har måtta venta lenge på å få saka, er det jo først og fremst for dei som bur og ferdast i Førde og i distriktet rundt, at dette er Det noverande vegnettet i Førde sentrum er ikkje dimensjonert for den trafikken som går gjennom sentrum i dag, og det er heller inga framtidsretta løysing. I rushtida er det tett og saktegåande trafikk, og det er også problem med trafikktryggleiken. Førdepakken er difor ein lenge etterlengta tiltakspakke, som no vil gje betre vilkår for både gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken,

Trafikksituasjonen i Førde sentrum vil verta monaleg betre når desse tiltaka er gjennomførte, men samtidig er det viktig også å ha blikket retta mot det framtidsretta og meir langsiktige grepet, som inneber at gjennomgangstrafikken på E39 vert ført utanom Førde sentrum. Det er brei lokal- og regionalpolitisk tilslutning til opplegget for delvis bompengefinansiering av Førdepakken. Førde kommune og alle omkringliggjande kommunar står saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune bak denne søknaden – ein søknad der det vert lagt til grunn at statlege, fylkeskommunale og kommunale midlar skal vera med i tillegg til bompengar. bompengar. Det er her, i tråd med dei lokalpolitiske vedtaka, på ein veldig god måte lagt opp til at dei som passerer bomstasjonane, også får ta del i den samla nytten som Førdepakken vil gje, samtidig med at det også er lagt vekt på å unngå at mange får nytte utan at dei er med på å betala. Så her vert det ein brei dugnad.

der me peikar på at eventuelt lågare innkrevjingskostnader også bør kunna nyttast til å få meir veg ut av prosjektet, dersom lokale styresmakter skulle ønskja dette. Dette vil også koma bilistane og kollektivtrafikken til gode. Eg er glad for at me i dag, altså ikkje ein dag for tidleg, kan gjera endeleg vedtak om Førdepakken, og eg vil ønskja alle involverte all lukke med det viktige arbeidet som no får ei endeleg avklaring, og som eg håpar no kan setjast i gang så snart som mogleg. Førdepakken er i gang så snart som mogleg. Førdepakken er eit stort og etterlengta vegprosjekt for å betre tilhøva for gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken. Det vil også verte ei oppgradering av vegane i sentrum. Bompengar er ei vesentleg kjelde til finansiering av prosjektet, som har ei kostnadsramme på heile 1,65 mrd. 2015-kroner, i tillegg til midlar frå Det er bra at prosjektet no er lagt fram, og det er ikkje ein dag for tidleg, som òg den førre talaren sa. Dette prosjektet har vore planlagt, tenkt på og prosjektert over lang tid. Førde er ein by i vekst, og E39, som i dag går gjennom byen, er av elendig kvalitet. Både opprusting av E39, lokale vegar og nye system for sykkel og gange vil få store positive verknader for vidare utvikling av Førde. Så skulle ein tru at alle gleder seg over dette grepet, men nei. Den 3. mai i år sa Framstegspartiets gruppeleiar i fylkestinget i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, til NRK: «Landsmøtet har samrøystes slått fast at bompengar ved bruk av bypakkeordninga ikkje blir aktuelt for Førde. Førdepakken har prøvd å ta ein snarveg ved å knyte seg til bypakkeordninga, men no har landsmøtet slått fast at berre dei ni største byane har den type miljøproblematikk som gjer at dei kvalifiserer til ordninga.» Han sa òg at med eit slikt vedtak frå landsmøtet vert det bortimot umogleg for regjeringsmedlemer eller stortingsrepresentantar frå Framstegspartiet å gå inn for bompengar: «No har vi styringa i både Finansdepartementet og Samferdsledepartementet. Det er lite som tyder på at det vil kome noko positiv innstilling derifrå.» Det sa Frank Willy Djuvik. Og då saka endeleg vart lagd fram, hevda han at heile Framstegspartiet var skuffa at heile Framstegspartiet var skuffa både lokalt og sentralt, og at det hadde vore kjempa ein veldig kamp frå Framstegspartiet si side både i storting og regjering for å unngå denne saka. Han skulda på Høgre og samarbeidspartia. Men det er no samferdsleministeren som har lagt fram saka, og han er til og med nestleiar i Framstegspartiet. Då burde ein vel lagt fram saka utan bompengar, slik den raud-grøne regjeringa gjorde med Kvivsvegen, som ligg litt lenger nord på E39, og der me tok bort bompengane som i utgangspunktet var Det kling holt når Djuvik hevdar at også samferdsleministeren har arbeidd hardt for at denne pakken skulle finansierast utan bompengar, dvs. utan den milliarden som no ligg inne. Eg ber statsråden i innlegget sitt gjere greie for kva andre alternativ som har vore vurderte i prosessen, og om nokon av desse alternativa var utan bompengar. Og kvifor vel ein likevel å leggje fram ei bompengesak? ein likevel å leggje fram ei bompengesak? Eg registrerer at statsråden i pressemeldinga si viser til at regjeringa vil stille med rentekompensasjon til nokre prosjekt. Om Førdepakken vert eit av desse prosjekta, veit me ingenting om i dag. Men kvifor gå vegen om rentekompensasjon? Ein hadde vel fått betre utnytting av midlane ved å gi dei direkte til prosjektet utan å gå vegen om låneopptak, med dei kostnadene som det nødvendigvis For Førde og Sunnfjord betyr vedtaket me skal gjere i Stortinget i kveld, at ein kan setje i gang eit prosjekt som vil gi alle trafikantar i Førde-området ein betre kvardag. Samferdsle er viktig for utvikling, og det er godt å få nok eit prosjekt der planane starta opp under den raud-grøne regjeringa, vedteke i Stortinget. Det er berre så synd at det tydelegvis skjer med sterk motvilje frå statsråden og partifellane hans. Senterpartiet står saman med Arbeidarpartiet om ein merknad der me peiker på at lågare innkrevjingskostnad kan gi meir veg og bør gjere det. Det er mange og gode prosjekt, både store og mindre, i denne pakken. Men slik eg kjenner Sunnfjord og Førde-området, veit eg at det her òg er endå fleire prosjekt som kan få del i midlar viss det vert midlar tilgjengeleg. Det bør ein leggje opp til kan skje. Men uavhengig av bompengar eller ikkje bompengar – det kan vere mange meiningar om det, både her i denne salen og lokalt – det er ein gledas dag for Førde, for Sunnfjord og for Sogn og Fjordane når Førdepakken no passerer Stortinget, at det vert gjort eit positivt vedtak som gjer at ein kan setje i gang eit prosjekt som eg er heilt sikker på vil bety mykje for utviklinga i Førde-byen og i regionen.

om at muligheten lavere takster gir, også kan utnyttes til vei dersom det er lokalpolitisk ønske om det. Til det vil jeg gjerne si at de kan godt bruke pengene til andre ting enn vei også. De kan godt bruke dem til sykkelvei, til en forsering av sykkelveisatsingen i Førde – det er en flott plass, som ligger godt til rette for sykkel, det må jeg bare få sagt

og øke sikkerheten for gående og syklende. Det vil bli bedre vilkår for både lokal- og gjennomgangstrafikk, og det er lokalpolitisk tilslutning til pakken. Så er det nok uenighet om hvordan dette skal finansieres, men det er en kjent konflikt mellom noen av partiene. Pakken innebærer bygging av nye veilenker, bygging av gang- og sykkelvei, opprustning og utviding av eksisterende veier samt opprustning av eksisterende gang- og sykkelveier.

Bompengeopplegget er diskutert. Alle vet at det er ett parti som ikke liker bompenger, vi har tapt i denne saken, men får redusert det. Samtidig er det en bompengereform som Stortinget behandlet på mandag, som gir rom for å kunne redusere takstene. Jeg synes det er gledelig at Stortinget slutter seg til at det arbeidet skal skje. Jeg synes også det er en interessant, kuriøs side ved debatten at de to partiene som var imot bompengereformens del om en rentekompensasjon, er de to partiene som i denne debatten har dratt opp ønsket om lavere bompenger. De har altså et ønske som de ikke selv er villige til å finansiere. Det framstår som ganske populistisk og lite realitetsorientert. Men det er alltid lov å endre mening. Hvis Arbeiderpartiet og Senterpartiet endrer standpunkt om rentekompensasjonsordningen, synes jeg det er veldig hyggelig, og jeg ser gjerne at de fremmer et forslag i Stortinget om det.

på at ein har leita med lys og lykt etter andre løysingar. Difor spør eg igjen: Kva andre alternativ har vore vurderte i prosessen? Var nokre av dei alternativa utan bompengar, og kvifor vel ein i så fall likevel å leggje fram ei

Det betyr at regjeringen må inngå kompromiss i tråd med de budsjettene som er blitt vedtatt i Stortinget, og det vi tror vi får flertall for. En har jo registrert at mange av partiene i Stortinget ikke vil være med og bruke mer skattepenger på å redusere bompengetakstene, og i denne saken kom en da fram til den fordelingen som ligger her. Samtidig betyr det at bompengereformen som nå er vedtatt, selv om Senterpartiet og Arbeiderpartiet protesterte på innholdet

E39. Ein kan jo spørje seg kvifor ein ikkje gjer det i staden for å gå vegen om rentekompensasjon. Meiner statsråden at ein ved å gi rentekompensasjon får betre utnytting av pengane enn ved å gi dei direkte til det enkelte prosjektet over statsbudsjettet? Jeg synes det er fascinerende å få spørsmål om kutt i bompenger fra et parti som har protestert hver gang regjeringen har foreslått å

Det er jo slik at hvis en kutter bompenger, betyr det at en må øke den statlige andelen, for det er ingen som bygger veien gratis. Vi har mange steder fått til lavere bompengeandel enn det som den forrige regjeringen la opp til. Hvis Senterpartiet ønsker et enda større bompengekutt, synes jeg det er en hyggelig utvikling. Det er litt trist at det ikke kom fram da Stortinget behandlet bompengereformen mandag. Da protesterte Senterpartiet og Arbeiderpartiet mot at regjeringen legger opp til å redusere bomtakstene. Eg vil gjerne stille spørsmålet igjen, for eg fekk ikkje svar – eg fekk ikkje svar på det fyrste spørsmålet og fekk heller ikkje svar på det andre spørsmålet. Meiner statsråden at ein gjennom å kompensere for renta, altså ha ein rentekompensasjon, brukar pengane betre – får meir veg for pengane – enn om ein hadde løyvd dei direkte til prosjektet over statsbudsjettet? Rentekompensasjon er en ordning der en får redusert bomtakstene i alle prosjekter som er med i ordningen. Det er en måte å stimulere bompengeselskaper til å slå seg sammen på – for å redusere administrasjonskostnader, for å få større finansiell tyngde, og dermed kunne redusere rentekostnader. Så ja, det gir faktisk lavere

veg. Utover det vil eg på denne siste kvelden ønskja statsråden ein god sommar. Da har statsråden tatt imot fortellingen og sommerønsket. Ønsker statsråden ordet? Ja, jeg kan ønske en god sommer tilbake. Jeg ser fram til den. Mandag skal jeg begynne å kjøre nettopp å oppleve hele strekningen fra Trondheim til Kristiansand. Jeg konstaterer også at i fortellingen som jeg nå har blitt fortalt, bekrefter Arbeiderpartiet at selv når dagens regjering ønsker å redusere bomtakstene, ønsker Arbeiderpartiet helst ikke å ha lavere bomtakster. De vil heller bruke pengene til andre ting. Det er et syn på om hvorvidt en bør la innbyggerne få lov til å beholde mer av egne penger eller om det alltid er sånn at politikerne burde disponere pengene. På den ene siden får vi altså kritikk fra opposisjonen for

Det me har sagt, og det me har skrive – det står svart på kvitt i begge dei to siste sakene – er at dersom ein ønskjer det lokalt, skal ein òg ha moglegheit for å få gjort fleire tiltak. Det er ikkje noko me seier at Arbeidarpartiet ønskjer å bestemma over, det er det lokaldemokratiet som skal bestemma. Elles vil eg anbefala E39 frå Trondheim og og sørover, eg køyrde den vegen i fjor. Det var litt kluss med ferjene nokre gonger, men elles er det stort sett bra og veldig mykje fint å sjå på. Køyr forsiktig, og god sommar vidare. Jeg ser fram til det, jeg har allerede begynt å prøvespise sveler for å finne fram til Jeg ser fram til det, jeg har allerede begynt å prøvespise sveler for å finne fram til den rette kombinasjonen av smør og annet oppå. Jeg kan også glede meg over at det er flere ferjeavganger etter at dagens regjering overtok enn det var mens regjeringen som representanten Rommetveit støttet, styrte. Sjansen for å treffe en ferje og få plass er betydelig større nå. Det tror jeg også gir ro i sinnet for en reisende på veien. Replikkordskiftet er

forbedre Førdepakken. Det er mye bra med den pakken, fordi det er begått bra politisk håndverk, og det er en prisverdig satsing i pakken på både sykkelveier og myke trafikanter som gjør at de som allerede går og sykler i og rundt Førde, kommer til å få en del bedre forhold. Det er vi glade for. Samtidig har Førdepakken det samme problemet ved seg som mange andre veiprosjekter knyttet til byer og tettsteder i Norge – det er ikke satt opp noe klimaregnskap for Førdepakken, og det er grunn til å frykte at Førdepakken vil bidra til mer veitrafikk og mer biltrafikk inn og ut i Førde sentrum. Lettere framkommelighet med bil, der som andre steder i landet, vil gjøre at flere kjører bil. bil. Det mangler også en analyse av om utbygging av gang- og sykkelvei sammen med innføring av parkeringsordninger og økt kollektivtransport egentlig vil løse trafikkutfordringene. Om man sammenligner med nabobyene Florø og Sogndal, har de f.eks. parkeringsordninger som fungerer godt, og som det med fordel kunne vært vurdert tilsvarende løsninger for i Førdepakken. Derfor har Miljøpartiet De Grønne fremmet et løst forslag i denne saken, hvor vi igjen ber regjeringen om å forutsette at prosjektene som skal finansieres gjennom Førdepakken, ikke fører til økt biltrafikk inn til Førde sentrum. Jeg tar med dette opp det forslaget jeg har fremmet. Representanten Rasmus Hansson har tatt opp det forslaget han refererte til. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Eg er

for den trafikken som går gjennom sentrum i dag. Førdepakken vil gje betre vilkår for både gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken. Førde skal jo verta sykkelbyen vår i Sogn og Fjordane, og målet er eit samanhengande sykkelvegnett – ja, dette vert veldig bra! Det er brei lokal og regionalpolitisk tilslutning til opplegget for Førdepakken, som vert eit spleiselag med statlege midlar, fylkeskommunale og kommunale midlar og i tillegg bompengar. Eg er

Vi kan i dag berre konstatera: Han tok feil. Heldigvis har han ikkje gjennomslag sentralt. Eg vil nytta høvet til å takka komiteen for veldig kjapp handsaming av denne pakken. Eg vil takka ein samla stortingsbenk for å ha stått på i denne saka. Det gjeld også Høgre-representanten Lødemel – bra jobba av alle! Her har vi stått samla, og det viser seg at då får vi det til.

spissen, og frå bompengeselskapet. Saka har fått ei rask og god handsaming i departementet og i regjeringa. Arbeidet med Førdepakken tok for alvor til hausten 2011, og det har heile tida hatt god støtte og entusiasme frå dei aller fleste. Bypakken har hatt stor administrativ og politisk støtte i Førde kommune, i kommunane i området og i fylkeskommunen. Regjeringa og Stortinget si godkjenning av Førdepakken er eit viktig handslag til vekst og utvikling i Førde-regionen. Gjennom Førdepakken skal det byggjast gang-, sykkel- og bilvegar dei neste åtte åra for over 1,65 mrd. kr i 20 ulike vegprosjekt. Kostnadene skal dekkjast dels av offentlege løyvingar frå staten, fylkeskommunen og Førde kommune og dels frå bompengar. men det er ein avgjerande og nødvendig faktor for at vegpakken kan bli realisert. Førdepakken representerer så store investeringar at det i seg sjølv gir eit positivt bidrag til optimisme, utvikling og vekst i Førde. Dei ulike vegprosjekta er så omfattande og mange at dei i sum vil endre og modernisere Førde i sitt uttrykk som by – ikkje minst gjeld dette store satsingar på noko som vil gje Førde eit mildare og venlegare andlet. Førdepakken passer såleis godt inn i det viktige arbeidet som går føre seg for å gjere byen trivelegare og meir attraktiv. Førdepakken løyser mange av trafikkutfordringane i Førde og vil sikre at byen vil få god og framtidsretta trafikkavvikling dei næraste åra. På same måte vil det bli mykje lettare å byggje og utvikle eigedommar i Førde, særleg i sentrum, der eit krevjande trafikkbilete har lagt

med ordførar Grotle i spissen, og bompengeselskapet, for godt utført arbeid og ønskje lykke til med gjennomføringa av dei enkelte tiltaka i Førdepakken. Eg vil også nytte høvet til å takke komiteen og Stortinget for rask og effektiv handsaming av Førdepakken, og for ei samrøystes innstilling i tråd med forslaget frå

Djuvik, med «D», vil jeg presisere – sa at han ville torpedere Førdepakken. Det regner jeg med at alle i Sogn og Fjordane har fått med seg, og i likhet med tidligere talere skal vi være glade for at han tok feil, og at ministeren etter skriftlig spørsmål fra meg holdt lovnaden om at saken skulle komme før sommeren. Jeg hadde vært enda mer fornøyd med avslutningen før sommerferien her på Stortinget hvis vi hadde hatt enda en pakke til behandling i dag, men som man ikke rakk å legge fram, og det er

er klart

forslag nr. 1, fra Per Rune Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslagene nr. 2 og 3, fra Per Rune Henriksen på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet forslag nr. 4, fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslagene nr. 5–7, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne forslag nr. 8, fra Rasmus Hansson på vegne av Miljøpartiet De Grønne Det voteres over forslag

Sak nr. 17 gjelder også tredje gangs behandling av lovsak og gjelder lovvedtak 103 med den vedtatte anmerkning i Stortingets møte 15. juni 2015. Det voteres dermed over lovforslaget med den vedtatte anmerkning fra andre gangs behandling. – Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved tredje gangs behandling og blir å sende Kongen i overenstemmelse med Grunnloven. Sakene nr. 18 til og med 30 er andre gangs behandling av lovsaker og gjelder lovvedtakene 110 til og Det foreligger ingen forslag til anmerkning. Stortingets lovvedtak er dermed bifalt ved andre gangs behandling og blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven. Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdig behandlet. Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.
sa. Så